økt proteksjonisme får en stadig større plass i samhandlingen mellom land, og dette vet vi rammer lavinntektslandene hardest. Den klare målsettingen i denne meldingen og også budskapet fra Verdensbanken er å gjøre utviklingsland i så stor grad som mulig i stand til å trekke til seg økte investeringer for å bli mest mulig uavhengig av bistand. I den settingen var det interessant å lytte til lederne av Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken. Begge advarte sterkt mot en kamp landene imellom for å tilby mest mulig gunstige skattefordeler til bedrifter for at de skal etablere seg i deres land. Det gir ingen utviklingseffekt, det er kun bedriftene som vil tjene på noe slikt. Skatteparadis er heller ikke løsningen, var et klart En enstemmig komité er tydelig på at et godt skattesystem er viktig for å finansiere grunnleggende tjenester som utdanning og helse. Av den grunn er det interessant for å få til et globalt skattesystem som skal gjøre landene bedre i stand til å utvikle arbeidsplasser, samtidig som landene klarer å utvikle et minimum av velferdstilbud til sin befolkning. Det er interessant, fordi forskning viser at når et lands skattenivå ligger rundt 15 pst., vil BNP per capita øke. I tillegg var klimaordninger, helse og likestillingspolitikk tema på konferansen. Demokratiutvikling, som vi tar som en selvfølge, var også et viktig tema og spesielt rettet mot de landene som ikke har den muligheten i dag. Jeg tror jeg stopper her, men jeg har bare lyst til å si at det nytter å hjelpe. Det var vi så heldige å få oppleve som del av en komité i Mosambik, der vi fikk se hvordan norsk bistand og norske bistandskroner brukes for å gi barn en tryggere morgendag gjennom vaksinering. Vi fikk også lov å se kombinasjonen av andre viktige innsatsområder, som f.eks. familieplanlegging og fødselskontroll. Så de skattekronene var jeg veldig stolt av da jeg fikk se hvordan
Da er neste taler

Det handlar om gjenyting, som faktisk gjev verdi og verdigheit i bistandsarbeidet. Dette uttrykket, som blei praktisert i denne regionen, var også godt forankra blant kvinnene. Kvinner i alle land er viktige aktørar, men ofte ser vi at dei stiller svakare enn menn i dei fleste utviklingslanda. Å hjelpa kvinnene til aktivt å ta del i næringsutvikling er hjelp til sjølvhjelp, og vi får ein Praktisk sett skaper hjelp ringar i vatnet, og ei satsing også på kvinner har eit stort potensial, ikkje berre for kvinnene sjølve, men for heile familien og for lokalsamfunnet, ja endåtil har ei slik satsing også effekt på nasjonal økonomi. Når arbeid og utvikling blir forankra hos kvinnene, skjer det noko. Næringsutvikling må også innebera oppfølging, dialog og openheit, og det må vera forventningar til at det skjer noko, at det skjer ei utvikling, altså ein Ayni-effekt. Ifølgje tal frå Verdsbanken har kvinners deltaking i arbeidslivet og tilgang til lønt arbeid stagnert på verdsbasis, det har faktisk gått tilbake sidan 1990. treng difor eit løft for kvinnene, og eg kunne ønskje meg ei sterkare målformulering og rapporteringar på det området i bistandsbudsjettet som handlar om kvinner og likestilling. Det er framleis ein jobb å gjera for å styrkja kvinners moglegheiter for næringsutvikling, enten det er i Sør-Amerika, på Cuba eller i Afrika. Her er det moglegheiter for aktivt å med norsk næringsliv, Norfund og frivillige organisasjonar for nettopp å skapa verdiar. Hjelper du meg, så hjelper eg deg tilbake – måtte vi alle ta ein Ayni, ein Ayni i våre lokalsamfunn og i vårt arbeid for næringsutvikling i utviklingspolitikken.

og det må jeg få lov til, synes jeg. Først til representanten Ropstad, som snakket om Norfund. Der vil jeg gjerne vise til den evalueringen som ble foretatt, og som ga en gjennomgående og positiv vurdering av Norfund og konkluderte med at Norfund leverer gode resultater og driver effektivt. De mobiliserer privat kapital og får satt i gang viktige prosjekter på bakken i utviklingsland. Det var jo det representanten etterlyste. Så har jeg noen betraktninger til, for egen regning, og det dreier seg om eiendomsretten. Det bør også være sagt i denne debatten. Høyre mener at eiendomsretten er viktig for å oppnå utvikling. I flere land blir jorda dyrket av bønder som ikke selv eier den. Dersom denne jorda blir solgt bort, kan hele landsbygder stå igjen uten noe som helst. Ofte er det også stor usikkerhet knyttet til eiendomsforholdene. For mange fattige er nettopp dette en viktig forutsetning for å kunne løfte seg selv ut av fattigdom, også for kvinner. Afrika produserer kvinner 60–80 pst. av all mat, men de eier kun 1 pst. av jorda. Kvinners svake eiendomsrett gjør det vanskelig for dem å ta opp lån for å øke produksjonen og fører ofte til at de utelates fra jordbruksprogrammer. Dette er en av årsakene til at retten til eiendom bør gis utviklingspolitikken. Denne stortingsmeldingen løfter nettopp fram kvinners rettigheter og likestilling i næringsutviklingen, og Norge vil fortsatt støtte målrettet innsats for å redusere politiske, økonomiske, juridiske og andre strukturelle hindringer for kvinners deltakelse i næringslivet. Kombinert med satsingen på global utdanning, særlig for jenter og kvinner, er dette viktige initiativ i jobben for å Saksordfører Nybakk sa ganske klokt at likestilling også må være sentralt i norsk utviklingspolitikk. Det er jeg helt enig i. Likestilling er da også høyt prioritert, både som eget satsingsområde og som en integrert del av utviklingsarbeidet. Utenriksdepartementet er i ferd med å ferdigstille en handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken, og handlingsplanens bakteppe er de nye universelle bærekraftmålene som ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015. En overordnet ambisjon er at ingen skal utelates – «leave no one behind» – og at man skal forsøke å nå dem som er mest marginalisert, først, slik at alle kan ta del i utviklingen. ingen skal utelates – «leave no one behind» – og at man skal forsøke å nå dem som er mest marginalisert, først, slik at alle kan ta del i utviklingen. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Presidenten har grunn til å tro at det vil bli reist spørsmål om behandlingsmåten i neste sak, så presidenten vil foreslå at det ringes inn til votering, slik at vi har salen Ingen har protestert mot det, så da gjør vi det.

Sånn er det

Ja, det er
skal ha

Det er en svært omfattende rapport på 150 sider som ble oversendt Stortinget så sent som torsdag den 21. april, ankommet Stortinget i henhold til Stortingets logg fredag den 22. april og mottatt av komiteen i går, mandag. Det gjelder altså to omfattende rapporter med vedlegg. Den ene er en sluttrapport fra Forsvarsdepartementet om internrevisjonen om avhending av F-5 jagerfly, som er datert den 11. april 2016. Den andre er en rapport fra internrevisjonen i Forsvarsdepartementet om avhending av forsvarsmateriell i sin alminnelighet, datert 23. november Det er etter min og en samlet komités oppfatning helt nødvendig at vi nå får anledning til å gjennomgå den nye dokumentasjonen og ta stilling til hvordan saken skal behandles videre. Dette er nødvendig også sett i lys av sakens størrelse og alvor. På dette grunnlaget tillater jeg meg derfor på vegne av en samlet å anmode om at innstillingen sendes tilbake til komiteen, jf. Stortingets forretningsorden

omtalt. De er også omtalt i innstillingen. Internrevisjonsrapporten fra 23. november er omtalt i begge høringene fordi Forsvarsdepartementet selv ga internrevisjonen i oppdrag å gjennomgå hvorvidt Forsvaret og departementet har hensiktsmessige kontrollrutiner internt. Vi har da ønsket å jobbe med de funnene som er, det er også omtalt i brevet til komiteen, og en skjematisk oversikt over de allerede implementerte tiltakene og de vi arbeider med, er også vedlagt. Når det gjelder F-5-rapporten som komitélederen redegjorde helt riktig for, er det en oppdatert rapport som har tatt opp i seg de endringer og vurderinger som har vært, også fra internrevisjonens side, knyttet til at en del av de forholdene man så på i første omgang, som var basert på et eksternt tips Forsvarsdepartementet fikk, nå ser ut til å være i orden. For ordens skyld legger jeg også til at vi har fulgt samme praksis som i korrespondansen med komiteen også her, slik at avgraderte versjoner av rapportene ble gjort offentlig tilgjengelige på våre nettsider samtidig med at rapportene kom til Stortinget. Jeg mente det var viktig å få oversendt rapportene før debatten, og det var derfor de også da kom. Jeg har som sagt forståelse for ønsket om å utsette debatten, og jeg ser fram til å komme tilbake til Stortinget og debattere på den datoen Stortinget beslutter. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Presidenten vil foreslå at innstillingen, i henhold til § 41 i Stortingets forretningsorden, sendes tilbake til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Ber noen om ordet til dette forslaget? Det er det ikke, og forslaget er enstemmig vedtatt. Vi går da Vi går da til votering i sakene på dagens kart. Under debatten er det satt frem i alt tre forslag. Det er forslag nr. 1, fra Rasmus Hansson på vegne av Kristelig Folkeparti,

De Grønne. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om at Øystesevassdragets øvre del blir supplert inn i verneplanen for vassdrag.» Under debatten er det satt frem i alt tolv forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Liv Signe Navarsete på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet forslag nr. 3, fra Astrid Aarhus Byrknes på vegne av Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 4, fra Liv Signe Navarsete på vegne av Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

redegjørelse